A.

fra representantene Jorodd Asphjell , Heikki Eidsvoll Holmås , Ingvild Kjerkol , Kari Kjønaas Kjos , Siri A. Meling og Helge Orten om permisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 14. oktober – alle for å delta i De forente nasjoners 71. ordinære generalforsamling i New York fra representantene Regina Alexandrova , André N. Skjelstad og Bente Thorsen om permisjon i tiden fra og med 1. oktober for å delta i sjefskurs ved Forsvarets høgskole fra Høyres stortingsgruppe om permisjon for representanten Gunnar Gundersen i tiden fra og med 1. oktober til og med 8. oktober for å delta i møte i EFTA-parlamentarikerkomiteene i Manila og Hanoi fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Eva Kristin Hansen fra og med 1. oktober og inntil videre fra representanten Lene Vågslid om foreldrepermisjon i tiden fra og med 1. oktober fra representanten Kjell Ingolf Ropstad om omsorgspermisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 7. oktober fra representanten Nikolai Astrup om foreldrepermisjon lørdag 1. oktober Disse søknader foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt. Fra første vararepresentant for Sør-Trøndelag fylke, Gunn Elin Flakne , foreligger søknad om fritak for å møte under representanten Jorodd Asphjells permisjon,

Møre og Romsdal fylke: Arnulf Goksøyr 1.–13. oktober For Oslo: Truls Wickholm 1. oktober 2016–30. september 2017, Frode Helgerud 1. oktober og Ingunn Gjerstad 1.–13. oktober For Rogaland fylke: Sissel Knutsen Hegdal 1.–13. oktober og Kari Raustein 1.–26. oktober For Telemark fylke: Lise Wiik 1.–13. oktober For Troms fylke:

Rangdi Krogstad, Arnulf Goksøyr, Truls Wickholm, Frode Helgerud, Ingunn Gjerstad, Sissel Knutsen Hegdal, Kari Raustein, Lise Wiik, Kristian Støback Wilhelmsen, Jorid Holstad Nordmelan, Iren Opdahl, Audun Otterstad og Gunn Elin Flakne er til stede og vil ta sete. Det skal så foretas valg av Valget vil bli gjennomført i tråd med Stortingets forretningsorden § 6, andre og tredje ledd. Fungerende president vil da foreslå at vi stemmer på vanlig måte, uten bruk av stemmesedler. Fungerende president ber om forslag på Stortingets president. Jeg foreslår Olemic Thommessen . Olemic Thommessen er foreslått valgt til Stortingets president. – Andre forslag foreligger ikke. Presidenten ber så om forslag på Stortingets

å føreslå Svein Roald Hansen . Svein Roald Hansen er foreslått valgt til Stortingets tredje visepresident. – Andre forslag foreligger ikke. Presidenten ber så om forslag på Stortingets fjerde visepresident. Ingjerd Schou er foreslått valgt til Stortingets fjerde visepresident. – Andre forslag foreligger ikke. Presidenten ber så om forslag på Stortingets femte visepresident. Det er ei glede å føreslå Line Henriette Hjemdal . Line Henriette Hjemdal er foreslått valgt til Stortingets femte visepresident.

Norges 161. storting kan da herved erklæres som lovlig konstituert. Presidenten foreslår at underretning om dette sendes Hans Majestet Kongen gjennom regjeringens sjef, for at denne kan innhente Kongens bestemmelse om tiden for Stortingets åpning. – Det anses vedtatt. Tidspunktet vil bli kunngjort senere. Presidenten ber om bemyndigelse til, etter at Stortinget er erklært åpnet, og etter at trontalen og beretningen om rikets tilstand er overlevert, å utbringe det sedvanlige ønske for Kongen og fedrelandet – og anser denne bemyndigelse for gitt. Presidenten ber videre om Stortingets bemyndigelse til å oppnevne en deputasjon på sju representanter til å motta Hans Majestet Kongen ved Stortingets åpning. – Denne bemyndigelse anses også for gitt. Som deputasjon oppnevnes representantene Kristin Ørmen Johnsen, leder, Per Olaf Lundteigen, Helga Pedersen, Frank Bakke-Jensen, Kåre Simensen, Jan-Henrik Fredriksen og Kirsti Bergstø. I anledning av Stortingets høytidelige åpning har Oslo biskop innbudt Stortingets representanter til gudstjeneste i Oslo Domkirke mandag 3. oktober, kl. 17.00. Ønsker noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.